en imponerende god lokalavis, men det er tøffe tider for alle lokalavisene, sammen med våre andre medium. Likevel ser vi at de er ute etter å finne gode løsninger for ikke bare å ikke bare å overleve, men for å sikre et godt mediemangfold til et avishungrig publikum som vi nordmenn er. Det var også derfor regjeringen nedsatte Mediemangfoldsutvalget for å sikre framtida til lokalavisene våre, men også til andre deler av pressen, at norsk kvalitetsinnhold skal kunne leveres også i overskuelig framtid. Jeg er glad for at flertallet i komiteen nå ikke går inn for endringer som vil innebære en grunnleggende omlegging av systemet for beregning av mediestøtte, særlig med tanke på at Mediemangfoldsutvalget nettopp er nedsatt for å se dette i en større helhet og for å vurdere kompleksiteten som de ulike mediene nå står oppe i. Jeg mener at det for det første er feil tidspunkt for en slik omlegging. Det nye plattformnøytrale produksjonstilskuddet ble innført relativt nylig, og jeg mener også at dagens system er langt mer treffsikkert enn et fast minimumstilskudd på I dag fastsetter departementet hvert år tilskuddssatser som avgjør fordelingen av bevilgningen mellom de ulike gruppene av medier som omfattes av ordningen. Hensikten er nettopp at fordelingen skal kunne justeres på bakgrunn av den økonomiske utviklingen i de ulike mediegruppene. Medietilsynet utarbeidet et forslag basert på innhentede økonomidata, og det forslaget ble deretter drøftet med Mediebedriftenes Landsforening før departementet fattet en beslutning. Systemet der gir dermed en viss nødvendig fleksibilitet, samtidig som det er grunnleggende forutsigbart, og det sikrer også bransjen innsyn, og det sikrer medbestemmelse i fordelingen. Til sammenligning vil et fast minimumstilskudd, som Arbeiderpartiet her foreslår, på 1 mill. kr treffe dårlig, og det kan fort bli en veldig utdatert ordning som langt fra tar høyde for den utviklingen vi ser i norsk mediebransje. Det er ikke sånn at de som får under 1 mill. kr jevnt over, har et større behov for økt støtte enn andre grupper. Tvert imot omfatter dette gruppene av de mediene i ordningen som har absolutt best økonomi. Det er også noe flertallet i komiteen kommenterer i innstillingen, og det synes jeg er riktig at

hvordan vi kan modernisere, hvordan vi kan effektivisere og målrette virkemidlene, slik at vi får maksimalt med mediemangfold ut av hver offentlige krone vi benytter, og det er vi mange som har store forventninger til at Mediemangfoldsutvalget skal gi oss forslag til. Jeg vil likevel presisere at jeg langt på vei støtter forslagsstillernes beskrivelse av utfordringene bransjen står overfor, og jeg håper at Stortinget, når Mediemangfoldsutvalget legger frem sine forslag, vil være interessert i å diskutere hvordan vi samlet sett kan bidra til at et samlet Presse- og Medie-Norge kan gå inn i en tid der vi sikrer norsk kvalitetsjournalistikk og mediemangfold i mange, mange år
Det åpnes for replikkordskifte. Eg er heilt einig med representanten

kombinert med at vi også ønsker en heving av rammen når det gjelder produksjonstilskuddsordningen som sådan. Handler egentlig regjeringspartienes motstand mot dette forslaget nettopp om dette, at et sånt forslag vil innebære at vi må heve produksjonstilskuddet, fordi regjeringspartienes plan fortsatt er å kutte produksjonstilskuddet for alle ytterligere? Det er ingen tvil om

når vi nå går inn i en ny tid, som krever stor omstilling av norske medier. Vi har gitt vår tilslutning til å opprette Mediemangfoldsutvalget. Vi har sagt klart fra i mange sammenhenger at vi tror det er riktig å se hele feltet overordnet. Arbeiderpartiet har faktisk hatt sitt eget demokrati- og medieutvalg, som har jobbet over lengre tid, og har levert mange forslag til hvordan dette kan løses. Ingen må tro at handler enten om å sette ned et utvalg eller om å foreslå tiltak – det er begge deler. Parallelt med at man ser på dette overordnet fra utvalgets side, må man ikke komme i en situasjon hvor kua dør mens gresset gror. Nå skjer det store omveltninger i mediebransjen, og det er viktig at vi er på hugget når det gjelder hvordan vi kan legge til rette for at det sterke mediemangfoldet vi har i Norge, kan fortsette. Det gjorde vi i allmennkringkastingsavtalen, og det gjør vi også forsøk på med dette. Hvorfor har statsråden sånn motvilje mot i det hele tatt å vurdere å følge med på utviklingen og sette i verk tiltak, når hun ser at her er det mange aktører som er under press? Om lokalavisene skal leve eller dø – jeg tror ikke det står om noen måneder. Jeg er

økt tilskudd enn andre medier i ordningen. Når denne utredningen viste det, kunne jeg ikke anbefale regjeringspartiene å gå inn på et forslag som hevdet noe annet enn det utredningen fra Medietilsynet viste. Jeg tror det er grunn til faktisk nå å ha respekt for de fagfolkene som er satt sammen i dette utvalget, og som skal legge frem en NOU, og at departementet får jobbe videre med denne NOU-en, og så legges det frem for for Stortinget. Det tror jeg alle er tjent med. Vi skal selvsagt ha respekt for denne prosessen, og jeg mener at det ikke er noen motsetning mellom det og det å stadig utvikle mediepolitikken også fra dette hus. Vi kan ikke kortslutte hele politikkutviklingen fra Stortingets side Det var noe av hovedpoenget til den forrige statsråden i den forrige debatten i denne salen – at hvis Stortinget vil ha en NOU, skal Stortinget få en NOU, men det må ikke hindre regjeringen fra å levere forslag hvis man ser at det er behov for det. Men så hører jeg det motsatte budskapet fra denne statsråden – at fordi vi har et utvalg, så skal vi ikke fremme noen forslag. Nå skal vi altså sitte og vente til våren 2017, når dette utvalget kommer med sin utredning. Da er det et klart faktum at det ikke vil skje noe med mediepolitikken fra denne regjeringen før neste stortingsperiode. Jeg er stygt redd for at man da har kommet i en situasjon hvor vi har ganske store utfordringer, som har blitt enda større fordi regjeringen viser vegring. Da må vi jobbe for at vi får et nytt flertall som fra neste stortingsperiode kan iverksette en mer offensiv mediepolitikk. Jeg har behov for igjen å understreke at når det ikke kan påvises et behov for å innføre et fast minimumstilskudd på 1 mill. kr, slik Arbeiderpartiet hevder, og den utredningen som hevder, og den utredningen som jeg har innhentet fra Medietilsynet, viser at medier som mottar mindre enn 1 mill. kr, ikke har større driftsøkonomiske behov for økt tilskudd enn andre medieordninger, så sier det seg vel selv hvorfor jeg er glad for at dette forslaget ikke får flertall.

fordi de har de største problemene. Jeg ser det slik at hvis man sånn over bordet vedtok dette forslaget om å gi betydelig økt støtte til de mindre avisene, ville det nødvendigvis måtte tas fra den samme potten. Det vil da gå utover de avisene som faktisk trenger det mest. Det er en virkning jeg synes man ikke skal gå inn på. Det sies riktignok i innleggene her at det forutsetter en økning i produksjonstilskuddet for å få dette til. Ja, det Det sies riktignok i innleggene her at det forutsetter en økning i produksjonstilskuddet for å få dette til. Ja, det står det ikke i forslaget. Hvis man tar forslaget slik det lyder, står det bare at man skal heve minstesatsene. Jeg ser ikke akkurat realismen i at man kan forvente det – og det er ikke bare fordi jeg er medlem av finanskomiteen. Men jeg tror ikke akkurat det er politisk stemning for å øke produksjonstilskuddet i vesentlig så lenge man ikke gjør det, vil effekten av dette forslaget være relativt katastrofalt for en del av de avisene som virkelig har problemer. Derfor ser jeg det slik at det aller mest fornuftige her, som statsråden har sagt, er å vente på den utredningen som kommer fra Mediemangfoldsutvalget. Bare en kort kommentar til slutt. Vi har

nytt. Jeg håper det innebærer at det ikke kommer forslag om nye kutt, som vil ramme alle mottakerne av produksjonstilskudd som sådan. Jeg vil understreke at et forslag om en utredning, slik vi har skissert i innstillingen, måtte innebære at det var i statsbudsjettet regjeringen kom tilbake med en vurdering av økning av minstesatsene, og at man da selvfølgelig også måtte kombinert det med en økning av produksjonstilskuddet – uten at de store mottakerne skulle få store kutt. Jeg tror nok vi har mye å se fram til av endring i holdning fra regjeringspartienes side når det gjelder

Fiskarane meiner at bestanden er mange gongar større enn det som kjem fram i dei årlege kvoteråda frå forskarane. Under gytetoktet på NVG-sild i februar 2016 målte ringnotsnurparen MS Vendla sildeførekomstane i havområdet vest for Nordland. Fiskarane seier at silda vart målt akustisk med I tillegg vart det talt stimar med sonar ut til 2 000 meter avstand på kvar side av fartøyet. Før, under og etter toktet var det ca. 30 fiskefartøy innom området, anten på tradisjonelt fiske, som leigefartøy for sjølve toktet eller på seglas til eller frå fiskeri på Island. Etter toktet presenterte Havforskingsinstituttet eit ekkoloddbasert estimat på 56 000 tonn. I tillegg presenterte instituttet eit estimat basert på gjennomsnittleg stimstorleik på 10,3 tonn. Dei gonga opp talet og kom fram til 59 000 tonn.

Avstanden mellom forskar og fiskar er altfor stor. Fiskarar og forskarar vert truleg aldri einige om kor mykje fisk som er i havet, men avstanden i denne saka er så stor at det går på truverdet laus til både fiskar og forskar, heilt avhengig av kven som har det beste estimatet av kor mykje som er i havet. Kven skal me eigentleg tru på? Er det den erfarne fiskaren som har drive fiske gjennom generasjonar, eller er det dei velrenommerte, gode forskarane våre? Me har flinke folk på begge sider her. Difor vert eg bekymra når avstanden er så stor. Svaret er ikkje opplagt, og svaret er heller ikkje enkelt. Fiskarane hevdar at sild er lettskremd i overvintringsperioden. For å få ei god måling av sildestimar slår skipperen typisk ned farten til 3–4 knop for å kunna passera rett over stimen for å måla ein realistisk storleik på stimen. Når eit havforskingsfartøy passerer over ein stim i 10 knop, som dei ofte gjer når dei leitar etter sild, vert stimen fort skremd ut til sida av fartøyet, og den vil kanskje dela seg opp, og målinga av stimstorleiken vert eit underestimat fordi silda har forsvunne vekk frå leitesona til sonaren eller ekkoloddet. Dette har eg sjølv vore med og opplevd på ein fiskebåt. Fiskarane meiner at denne skremmeeffekten, med påfølgjande underestimering med som skjer når eit forskingsfartøy går over stimen i høg fart, kanskje kan vera noko av årsaken og forklaringa til denne forskjellen i oppfatning mellom forskar og fiskar. I tillegg til feilestimering på grunn av den skrogmonterte ekkoloddmetoden har fiskarar over fleire år påpeikt at det finst til dels store sildemengder utanfor dekningsområdet til dei ulike sildetokta. Dette er påpeikt av fiskarar til

Dette vart avvist av havforskarane. Det same skjedde i år, men då hadde fiskarane sjølv betalt for fire leitefartøy og eitt toktfartøy som dekte havområda. Dei fann altså store sildemengder som ikkje vart målt i 2015. I tillegg hevdar fiskarar at dei opplyste til havforskarane tidleg i januar i år om at det stod mykje rekrutterande sild i området mellom Malangsgrunnen og Nordkapp. Dette var basert på observasjonar gjort torsketrålarar i området. Dei fann sild både i trålposen og i sekken til torsken. Også dette vart avvist av havforskarane, seier fiskarane. Ungsilda er spesielt viktig å få målt som ein del av gytetoktet på grunn av den svake rekrutteringa som er observert i Etter at gytetoktet på NVG-sild vart avslutta, opplevde snurrevadfiskarar utanfor Vesterålen at mykje rekrutterande sild kom trekkjande inn frå nordaust, i tråd med det fiskeskipperane hadde varsla havforskarane om. Fiskarane hevdar også at det vart observert store sildestimar ute i havet 100 nautiske mil vest for den vestlegaste posisjonen til toktet, og dei påpeikar at toktet heller ikkje gjekk til null i nord. Fiskarane meiner altså at det står mykje sild utanfor toktområdet som ikkje er vorte målt eller tatt med i berekningane av kor mykje sild som er i havet. Fiskarar eg møter, meiner det er viktig, og dei krev, at det vert gjennomført undersøkingar og forsøk som vil klarleggja problema med nøyaktigheita ved bruk av skrogmontert ekkolodd i målinga av og dekningsområdet til gyteområdet generelt, knytt til observasjonar av sild utanfor dekningsområdet både før, under og etter gytetoktet. Mitt forslag til vegen vidare er at det vert gjort ein gjennomgang av kvaliteten og nøyaktigheita på gytetoktet som er gjort for NVG-sild tidlegare i år, i og med at det er satsa veldig mykje på dette òg frå fiskarane si side. Det er lagt ned betydelege ressursar i dette, og då tenkjer eg at me må nytta den moglegheita når det er så stor innsatsvilje, òg frå fiskarane, til å prøva å sjå og estimera havressursane på ein betydeleg betre måte. Det handlar om samfunnets totale økonomi og om samfunnets ansvar for god forvaltning. Vidare må også dekningsgraden for Vidare må også dekningsgraden for gytetokta i 2015 og 2016 når det gjeld utbreiinga til heile gytebestanden, vurderast. Eg trur det er viktig at me tek i bruk uavhengig kompetanse som kan vere med og hjelpa oss i eit sånt arbeid, og at både fiskarane og forskarane frå Havforskingsinstituttet deltek nært i dette arbeidet. Ein slik gjennomgang av gytetoktet i 2016 må omfatta forsøk ute på havet både fiskarane og forskarane frå Havforskingsinstituttet deltek nært i dette arbeidet. Ein slik gjennomgang av gytetoktet i 2016 må omfatta forsøk ute på havet for å få avklara kor nøyaktig det skrogmonterte ekkoloddet er. Eg trur at viss me gjer eit arbeid som dette og skapar nødvendig tillit mellom forskar og fiskar, vil det òg verta mykje lettare å samarbeida i framtida, når man på ein måte har klart å estimera ein ressurs i havet, og det er nokolunde

Derfor har jeg akkurat samme intensjon og forhåpninger som representanten Trellevik. Denne uenigheten må i hvert fall reduseres – og forhåpentligvis fjernes. Først da greier vi å treffe riktig på vegne av næringen, som er veldig viktig. Omdømmebygging er også viktig i dette bildet. Jeg har selvfølgelig fått med meg rundt forskningen på norsk vårgytende sild. Jeg tror vi alle har godt av – og jeg tar den gjerne – en debatt om forskning og betydningen god forskning har for å oppnå forvaltning av alle våre viktige bestander, også sild. La meg først si at det er et betydelig vekstpotensial i de marine næringene. Og satsing på forskning og utvikling er en grunnleggende forutsetning for å realisere potensialet vi alle ser. Dette prioriteres veldig høyt av regjeringen, og vi har allerede økt bevilgningene til marin forskning med til sammen 110 mill. kr de siste to årene. I statsbudsjettet for 2016 økte vi bevilgningene til marin forskning og forskningsinfrastruktur ytterligere, med i overkant av 190 mill. kr. 100 mill. kr av disse er satt av til opprustning av nettopp forskningsfartøy, slik at man får oppdatert utstyret sitt for å bli mer treffsikker i undersøkelser, forskning og målinger. Godt utstyr og bruk av den nyeste teknologien er viktig for marin forskning og helt avgjørende

Satsingen følger opp masterplanen for marin forskning og skal gi enda mer kunnskap som grunnlag for bærekraftig vekst i sjømatnæringen. Med de ambisjonene vi alle har, er dette helt nødvendig. Det er alltid et ønske om å bedre kunnskapsgrunnlaget, nettopp for å bedre forvaltningen av våre fiskebestander. Derfor er det sånn at i forbindelse med behandlingen av sjømatindustrimeldingen har Stortinget bedt om en opptrappingsplan for ressursforskning. Det er jeg glad for. Dette vil jeg da komme tilbake til i forbindelse med budsjettet for 2017. Så til bestandsforskningen, som interpellanten er veldig opptatt av: Vi har et stort behov for ressursforskning. Derfor er det bra at gytetokter på norsk vårgytende sild ble gjennomført i både 2015 og 2016. Funnene fra kan få betydning for sildekvotene i lang tid framover. Forskerne har imidlertid vært klar over og klare på at dette toktet bare er ett av flere elementer som kan påvirke bestandsestimatet. Samarbeidet mellom fiskere og forskere er, slik jeg ser det, en styrke – en styrke som kan brukes til å bli enda tydeligere i norsk fiskeriforvaltning. Samtidig er vi helt avhengig av at forskerne får gjøre jobben sin grundig og gjennom de rette internasjonale prosessene. Det er nettopp dette grundige og tidkrevende arbeidet som har ført Norge fram til å være en ledende nasjon innen det fiskerivitenskapelige forvaltningsarbeidet. Det er Det internasjonale råd for havforskning, ICES, som gir råd om kvotefastsettelse for alle våre bestander. ICES sammenlikner tilgjengelig kunnskap både fra vitenskapelige undersøkelser og fra fiskeriene om det marine miljø og de levende marine ressursene. Hensikten er nettopp å kunne gi kunnskapsbasert, uhildet og upolitisk råd om bl.a. beskatningsnivå til de kompetente myndighetene. ICES har organisert sitt arbeid slik at det er forskergruppen med deltakere fra ulike land som til slutt gir de endelige rådene fra ICES. For Norge som havnasjon kan man greit si at ICES rett og slett er en bærebjelke i vår forvaltning. Forskningen på og toktene i forbindelse med NVG-sild er noe alle kyststatene til bestanden bidrar til, og vi har svært lange tidsserier for akkurat denne bestanden. Kyststatene er Norge, Russland, Island, Færøyene og EU. Til bestandsundersøkelsene benyttes forskjellige akustiske metoder. Det er viktig at best mulig teknologi benyttes, og det er ingen uenighet om at man hele tiden skal ha en kritisk vurdering av metodenes usikkerhet og begrensninger. Der er jeg helt enig med interpellanten. ICES gjennomgår og evaluerer metodene som brukes for å beregne bestander og størrelse, med noen års mellomrom. Siktemålet er å redusere usikkerheten mest mulig og sikre en best mulig rådgivning. ICES har i år avholdt et slikt metodeevalueringsmøte om NVG-sild. I oppfølgingen av dette vil Havforskningsinstituttet framover videreutvikle observasjonsmodeller, metoder og nye modeller. Og de vil starte nye måleserier. Høsten 2016 vil Havforskningsinstituttet starte opp merking av NVG-sild for å følge vandring av og overlevelse i bestanden. Tilsvarende merking er gjennomført av makrell fra 2011, det er forventet at denne serien skal inkluderes i den internasjonale bestandsvurderingen fra 2017. Erfaringen fra makrellmerkingen er veldig god, og det nye merkeprogrammet for NVG-sild vil gi oss et nytt målepunkt for bestandsstørrelsen. Det er veldig viktig å være lydhør overfor dem som er på havet, og overfor dem som lever av fiske. De er avhengige av at det er forutsigbarhet i det som skal høstes fra havet. For av at det er forutsigbarhet i det som skal høstes fra havet. For å sikre god dialog og godt samarbeid mellom forskning og næring opprettet departementet i juni i fjor et faglig råd for ressursforskning, FUR. FUR har representanter fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Pelagisk Forening og Havforskningsinstituttet, og det ledes nå av formannen i Norges Fiskarlag. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er bare observatører i utvalget. Formålet med utvalget er å utveksle informasjon om forskningsaktivitet og næringenes erfaring. I tillegg skal FUR være en arena hvor fiskerinæringen kan fremme innspill og råd om forsknings- og overvåkningsfaglige problemstillinger og prioriteringer knyttet til de viltlevende ressursene i FUR er dermed det rette forum for å drøfte alle sider ved bestandsevaluering av NVG-sild, også slike tekniske spørsmål som denne diskusjonen handler om. Det er altså på mange måter behandling av data i ICES-systemet som er den uavhengige gjennomgangen av kvaliteten på informasjonen som kommer fra kyststatene, og som ligger til grunn for rådgivning om kvotefastsettelse. Utvikling av Utvikling av metodikk må være en sak for forskningsinstitusjonene. Interpellanten ber konkret om at uavhengige eksperter skal gjennomgå forskjellen i estimat etter gytetokt mellom forskere og fiskere. Jeg vil ha best mulig forskning, men å sette ned et uavhengig utvalg hver gang næring og HI er uenig, mener jeg ikke er veien å gå. Jeg er i ferd med å oppnevne et faglig råd for HI. Det faglige rådet skal bl.a. gi råd og anbefalinger om fagevalueringer av HIs programmer, herunder metodikk for datainnsamling og bestandsvurdering. Vi må leve med de resultatene vi får til enhver tid. Havforskningsinstituttet arbeider videre med en prosess for å redusere uenigheten mellom forskere og fiskere i de spørsmålene interpellanten stiller. Målet er å minske avstanden i synet på Jeg vil avslutte med å si et ja. Det er alltid en risiko forbundet med å estimere mengde fisk i havet. Forskernes jobb er å gjøre den risikoen minst mulig. Den såkalte forvaltningsplanen for NVG-sild, som alle kyststatene er enige om, er laget for å ta høyde for denne uenigheten. Det er gjort før. Den historiske lærdommen maner til forsiktighet, og det er forsiktighet som skal gi et høyt utbytte på lang sikt. Takk

veldig bra. Forsking og utvikling er blant dei innsatsfaktorane som er grunnleggjande viktig for utvikling av heile sjømatnæringa, og det er grådig viktig i dei tidene me er inne i no. Tidlegare har me drøfta marin forsking her i Stortinget, seinast i arbeidet med stortingsmeldinga om ein konkurransedyktig sjømatindustri, og i innstillinga til ho, Innst. 215 S for 2015–2016, kan me lesa under eit avsnitt som heiter «Forskning og marked»: «Komiteen vil i denne sammenheng fremheve at et godt samspill mellom den offentlige innsatsen og industriaktørenes egen forskning er avgjørende for at forskningsresultatene kan omsettes til lønnsom næringsutvikling og nye arbeidsplasser.» Stortinget ønskjer altså at me har eit endå tettare og endå betre samspel mellom akademia og den forvaltingsbaserte forskinga, men òg i det arbeidet som Og akkurat i år har dei brukt utruleg mykje ressursar på å leiga inn ekstra fartøy og ekstra kapasitetar for nettopp å vera med og synleggjera ei anna side av denne forskinga og koma fram til andre gode anslag. Da synest eg det er litt tragisk, for eg kunne godt tenkt meg at statsråden hadde villa nytta dei resultata som kom i år. Det hadde eg sett veldig stor pris på. Men eg tek med meg at han ønskjer å prioritera budsjettet for 2017, og eg støttar opp under at det er ei god sak. Statsråden nemnde òg at omdømet var viktig. Det er klart at når det er eit så stort gap mellom det som fiskarar ser, og det som forskarar ser – og når han òg nemnde at ICES var berebjelken i dette – tenkjer eg at det hastar med å få løyst denne denne floken. For om denne ueinigheita som me opplever her i landet, spreier seg utover norske landegrenser, kan det henda mange andre òg hevdar at alt det som ICES kjem fram til, kanskje ikkje er det rette – slik at det kan verta ueinigheit også med andre land om me ikkje trykkjer litt hardare på, og prøver å utsetja å redusera denne ueinigheita altfor lenge.

kalt CRISP – Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Processing technology, veldig langt, men det er veldig viktig. Der prøver en bl.a. å måle stimstørrelser med en kalibrert sonar, i motsetning til de sonarene som fiskerne selv bruker. CRISP-forsøket innebærer at man også bruker mer tid per stim enn det man faktisk har brukt på bl.a. «Vendlatoktet», gjennom en inspeksjonsfase der en går rundt stimen og måler flere ganger, slik også fiskerne ønsker å gjøre når de inspiserer, for å estimere volum og tetthet. Jeg registrerer med glede at her har det kommet en fra Havforskningsinstituttet, for Havforskningsinstituttet er også like opptatt av at vi skal fjerne denne typen uenigheter, slik at vi kommer oss raskere videre – ikke nødvendigvis med en fasit, men med best mulig grunnlag for å lykkes framover. Derfor har Havforskningsinstituttet også, for ytterligere å styrke bruken av sonar innenfor mengdemåling av pelagisk fisk,

og at forskerne blir med på fisket. Jeg tror det er et godt innspill fra Havforskningsinstituttet, og jeg vil følge det opp, for jeg tror at det kan bidra til et mer omforent syn på sonarestimat av stimstørrelse hos NVG-sild. Så vet vi – jeg var selv nede og besøkte Kongsberg Gruppen – at det kommer nye metoder, ny teknologi, som i morgen vil gi oss de verktøyene som er nødvendig for å bli enda mer treffsikker når det gjelder å måle bestandene, slik at den typen uenighet forhåpentligvis vil forsvinne. Problemstillinga som representanten Trellevik tar opp i denne interpellasjonen, er tidvis ein gjengangar mellom forvaltningsmiljøa og yrkesutøvarane innanfor fiskeriet, og relativt høgrøysta diskusjonar er

forvaltning, og det med rette. På møte med EU-representantar blir dette understreka tidvis veldig ofte. Betydninga av ICES var statsråden inne på, så det skal eg ikkje gjenta. Men når forståinga og tolkinga av volum, slik interpellanten viser til, er så dramatisk ulik, utfordrar det forståinga og ikkje minst legitimiteten til forvaltarmiljøet, og det er diskusjonen om omdøme. Så skal vi heller ikkje underslå at anslag kan vere vanskeleg, og at interessekonfliktar kan prege konklusjonane til den enkelte. Men når anslag blir så milevidt ulike som vi ser i dette eksempelet, er det eit problem. Ofte ser vi ei overdriven føre var-haldning som pregar forvaltaransvarleg, og som næringa med rette urett. Det er dei veldig tydelege på i kontakten med oss representantar. Med store ressursar som no blir annonserte gjennom havsatsinga, og som blir stilt disponible, bør bestandsvolum vere ein viktig del, og forbetringar på dette området er noko vi forventar. Når det gjeld eksempel på kor viktig god bestandsforståing er, kan og makrellkrigen, det store volumet og det endra vandringsmønsteret som førte til avståing av store volum til andre nasjonar, til stor frustrasjon for pelagiske fiskarar – og det kan ein forstå. Den dagen vi opplever ein sterk nedgang i den førekomsten – for svingingar veit vi det vil bli – vil konfliktnivået stige, med fleire nasjonar Ny teknologi og forbetra forståing er verktøy som bør implementerast i forvaltarmiljøa, som har ein viktig plass i denne samanhengen, og vi må ha eit system som gir HI og andre truverde når dei kjem med sine anbefalte kvotevolum. Underteikna har blitt kontakta av ressursmiljø som sit på ny teknologi som dei meiner vil gi større noko vi alle bør etterspørje og støtte utviklinga av. Statsråden var jo inne på eit eksempel på det i sitt siste innlegg. Det gler meg og viser at teknikken kan vidareutviklast og vil gi nødvendig sikkerheit, eller kanskje heller fjerne dagens usikkerheit – så langt som mogleg. Statsråden nemnde også FUR-utvalet og som på mange måtar vil vere ein ambassadør mellom forvaltninga og fiskeria, noko som eg trur er både hensiktmessig og nødvendig. Heilt til slutt: Takk til interpellanten for å bere til Stortinget denne viktige problemstillinga. Jeg vil starte med å takke interpellanten for å ta opp dette temaet, muligens smalt, men viktig. Interpellanten er

så jeg vil begrense meg til å si at det er viktig at vi har med oss at norsk ressursforvaltning er en suksesshistorie i stort, og at en god bestandsforskning er en viktig del av forvaltningen. Tillit er det bærende stikkordet her, men det er også viktig at det er rom for debatt rundt disse og at en praktiserer åpenhet. Jeg vil i all hovedsak si meg enig i interpellantens første innlegg. Jeg registrerer at statsråden er godt fornøyd med både egen og regjeringens innsats på feltet. Men jeg har også behov for å si at den opptrappingsplanen for bestands- og ressursforskningen som Stortinget har gjort vedtak om, har Stortinget og opposisjonen store forventninger til når den kommer i statsbudsjettet for

enda mer om bestanden. Således kan fiskerinæringen, både i sjø og på land, gå glipp av store verdier, i tillegg til verdiene og de positive ringvirkningene for leverandører, kystsamfunn og norsk økonomi. Dette er en av hovedgrunnene til at Venstre og jeg har vært opptatt av at Stortinget må bevilge mer penger til havforskning – både til havforskning generelt og ikke minst til forskning på de viktigste bestandene våre. Fra den dagen jeg kom inn på Stortinget høsten 2013, har jeg jobbet for å få opp bevilgningene til havforskningen. I Venstres alternative budsjetter fra og med 2014-budsjettet har vi vært ambisiøse – ja langt mer ambisiøse enn regjeringen i Det har lyktes oss å få på plass verdifulle påplussinger, noe som også framkom i Stortingets behandling av sjømatindustrimeldingen tidligere i vår. Mye gjenstår, men det er et brukbart steg som er tatt når Stortinget samlet har pekt på behovet for økt innsats. Nå har vi forventninger til fiskeriministeren og regjeringen når det kommer til oppfølgingen av denne bestillingen. Det var fiskeriministeren inne på i Det var fiskeriministeren inne på i innlegget sitt tidligere i dag. Det er på denne måten jeg som stortingsrepresentant kan og skal bidra – ikke som megler og mellommann mellom fisker og forsker. Jeg synes det er positivt at representanten Ove Bernt Trellevik med denne interpellasjonen får synliggjort viktige problemstillinger, for det er ikke bra at vi har denne klinsjen mellom deler – jeg sier deler – av fiskerimiljøet og havforskningen om forståelsen av bestandssituasjonen. Men det er ikke min oppgave, og det kan ikke være Stortingets oppgave, å blande seg inn i målemetoder og andre forskningsmetoder. Jeg har stor respekt for norsk havforskning og det arbeidet som blir gjort nasjonalt og internasjonalt. Det har Havforskningsinstituttet stor anerkjennelse for. Og jeg har stor respekt for den norske fiskeren, både for fiskeren som næringsutøver og for den jobben som han eller hun gjør gjennom organisasjonene sine, både Fiskarlaget og andre organisasjoner. Jeg har hatt gleden av gjennom flere tiår å følge fiskerinæringen og havforskningen på rimelig nært hold, og jeg vet at begge parter opptrer som seriøse aktører når det gjelder hva som kan høstes av havet, fra hvert sitt ståsted.

Eg var på ein havkonferanse i Bergen i går, og der heldt SINTEF eit innlegg. Dei tok til orde for at forsking i havet – spesielt havforsking som gjeld bestands- og ressursforsking i havet ta i bruk både sonar og ein del andre metodar, og gjerne òg bruka data frå fiske- og fangsfartøya. I dag er det jo nokre gedigne datamaskiner i fiskefartøya som går på havet, og som samlar inn enormt mykje informasjon. At me ikkje er i stand til å samla dette og bruka dette på ein god måte, er eigentleg litt kritikkverdig. Det bør me ta med oss, Så når det gjeld den forskinga me driv med i havet, kunne eg òg tenkt meg at det var litt meir samarbeid, at ein var meir samkøyrd, og at forskingsmiljøa utfordra kvarandre i litt større grad enn dei gjer i dag. Eg oppfattar det slik at statsråden stolar veldig sterkt på det som kjem frå havforskinga, men me høyrer jo at andre forskingsmiljø òg har tankar om både havforsking og ressursforvaltningsforsking, men òg innanfor laks, lus og den slags finst det gode forskingsmiljø som kanskje ikkje har akkurat det same synet som Havforskingsinstituttet til kvar tid. Eg tenkjer at dette òg er viktige forskingsmiljø, som vi òg bør kunna lytta til i framtida. Skal norsk fiskerinæring og norsk sjømat hevda seg og koma seg vidare i tid. Eg tenkjer at dette òg er viktige forskingsmiljø, som vi òg bør kunna lytta til i framtida. Skal norsk fiskerinæring og norsk sjømat hevda seg og koma seg vidare i norsk økonomi, til beste for det norske samfunnet, må ein skaffa seg betre og meir vitskapleg dokumentasjon, både om fiskebestandane og om laks og andre område. Ein må skaffa seg betre kunnskap om dette og ha eit betre grunnlag for avgjerder i verdikjeda i desse næringane.

all forskning er jo beheftet med noe usikkerhet – det er det eneste som er sikkert. Man forvalter ut fra den kunnskapen man har i øyeblikket, og så jobber vi alle for å få det enda bedre. Det er også derfor representanten Farstad kan skryte av, med rette, at Venstre har løftet betydningen av dette gjennom økte bevilgninger.

men heller ikke vi kan på noen som helst måte sette to streker under alle svar som vi har i dag. Det er fortsatt usikkerhetsmomenter, og det er derfor vi må fortsette å utvikle kunnskapen på den måten vi gjør nå. Jeg vet ikke om det er helt riktig, men jeg prøver meg likevel: En kan faktisk si at den sildekollapsen vi hadde på på 1960-tallet, var en av årsakene til at vi har så god forvaltning i dag. En måtte gjøre noe. Og så har jeg hørt fra mange i miljøet at vi fortsatt går og venter på en ny, sterk årsklasse av sild. Den siste var i 2004, slik jeg har forstått det. Derfor tror jeg det er viktig at vi går med forsiktighet her. Men som jeg sier: Det er kommet en invitasjon fra Havforskningsinstituttet, og jeg tror at skal ta imot den med utstrakt hånd, der man får noen ekstraordinære tokt med undersøkelser og måter som fiskeri og næring gjennomfører selv. Jeg kan ikke stå her uten å si: I går var jeg i Bergen på en stor konferanse som regjeringen har iverksatt: Vi skal fremme en havstrategi, vi skal fremme en bioøkonomistrategi, vi skal ha en opptrapping av ressursforskning. Vi snakker om milliarder av kroner; vi bruker altså 32–33 mrd. kr på forskning, og det stopper ikke der. Vi har behov for enda mer hvis vi alle skal ta ut de ambisjonene og det potensialet, som vi faktisk er enige om, som finnes ute i havet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Innledningsvis vil jeg selvsagt understreke at de fleste minoritetsgrupper og

I interpellasjonen i dag bygger jeg dels på egne erfaringer og dels på medieoppslag og samtaler med ansatte som jobber med dette i Nav – og andre etater. Et eksempel er en egen opplevelse, som overrasket meg, da jeg for et par år siden besøkte et arbeidstreningskurs. Vi var menn som var innom kurset – og vi lurte etter hvert på hvorfor de ikke så på oss, hvorfor de satt og så ned. Så kom det fram at de kun hadde lov til å se på menn i nær familie, som ektemann, bestefar, barn, og vi, også de som arrangerte kurset, ble da svar skyldig. Hvor skal man egentlig begynne, hvis man tenker seg å komme ut i arbeidslivet uten en gang å kunne se på menn? Det er vel et eksempel som gjelder ganske få, men på samme tid hadde Aftenposten en artikkelserie og intervjuer med Nav-ledere, som men på samme tid hadde Aftenposten en artikkelserie og intervjuer med Nav-ledere, som framtrådte som anonyme. Det ble der referert: «Nav-sjefer er kritiske til at minoritetskvinner ikke vil ta jobb eller praksisplass i kantiner hvor det serveres svin, butikker hvor det selges øl eller sykehjem hvor de må stelle menn.» Dette sto å lese i Aftenposten 5. februar 2014. En av Nav-lederne, som da framtrer som anonym, sier at han er frustrert over å ha arrangert tiltakskurs i ti–tolv år for kvinner som egentlig har en type hindringer for å komme ut kanskje er der man burde begynt – men man får ikke gjort noe med de hindringene. Han som da var tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud, uttalte i det intervjuet at han bekreftet disse problemene. Det ble også bekreftet fra Nav-kontorene i Buskerud og Østfold, hvor det hadde mindre omfang, selvsagt, enn i Oslo, og Nav-direktøren sa at mange vil ha vanskelig for å akseptere at at mange vil ha vanskelig for å akseptere at man ikke vil ta jobb i en kantine fordi det serveres svin der. De fleste vil ikke oppfatte det som en holdbar grunn, sa Gudbjørgsrud til Aftenposten. Han sa videre: «Kravene om å tilpasse seg arbeidslivet er tydelige, men kanskje vi ikke praktiserer dem strengt nok.» Disse uttalelsene bekrefter jo at dette er et farvann hvor det ikke hersker fullstendig klarhet om hvordan praksis er. I den senere tid – de siste månedene og senest i går– har jeg hatt samtaler med Nav-ansatte og folk som jobber med dette nært innpå seg daglig, som bekrefter at situasjonen fremdeles er slik at det ikke er utviklet en klar praksis der man føler man har sterke nok holdepunkter å bygge på når man skal møte disse situasjonene. Jeg er ikke ute etter å diskutere enkeltsaker i det hele tatt, og jeg har ingen statistikk over hvor mange dette handler om, osv., det er det i hvert fall ikke mulig for meg å skaffe. Derfor må jeg bruke noen eksempler på hva Nav-ansatte sier til meg at de sliter med i dag. Det er f.eks. at det ikke kan formidles tiltaksplasser og jobber i butikk, fordi det selges drikke med alkohol der, eller bare kjøtt som ikke er halalslaktet. Tilsvarende gjelder formidling av plasser i restauranter, kafeer, hoteller, osv. For noen gjelder det også at de ikke kan berøre motsatt kjønn. Det praktiseres først og fremst for kvinner. Kvinner kan ikke berøre menn, ikke håndhilse, og i noen tilfeller er det også et problem at kvinner heller ikke kan berøre menn i forbindelse med jobbing i omsorg og pleie, eller at man har så omfattende og tung bekledning. Én ting er obligatorisk å gå med, samme hva slags bevegelser og aktiviteter som trengs på jobben – som gjør det vanskelig å kunne jobbe innenfor f.eks. rengjøring, barnehager, kjøkken, hvor det er hygienekrav, krav om arbeidsuniformer Senest i går fikk jeg høre om et tilfelle hvor man hadde problemer med en person som var formidlet til en arbeidsplass, men som krevde å få fri på fredag for å være med på bønnen i moskeen – noe som var vanskelig å praktisere på den arbeidsplassen – og ikke ville dele garderobe, fordi man ikke kunne skifte sammen med andre menn, osv. Jeg er ikke ute etter å gå i detaljer, men jeg er ute etter å få fram at man her møter problemstillinger som vi ikke har nok tak på hvordan vi skal håndtere. Det blir veldig mange yrker som blir uaktuelle. Jeg har nevnt butikker, restauranter,

Jeg får inntrykk av at når Nav møter dette – og som de Nav-ansatte jeg har snakket med, forteller – er det en del usikkerhet, uklarhet, også i dag når det gjelder hvordan de skal håndtere det. Noen prøver å se det an, se om man senere kan formidle tiltak eller jobber som det er lettere for brukerne å gå inn i, hvor det er mindre av disse problemstillingene. Noen lar dem fortsette på kurs for å se om det kan skje en modningsprosess gjennom arbeidstreningskurs og forskjellige tiltak som kan gå over lang tid. Andre prioriterer kanskje ikke saken, lar den ligge passiv og prioriterer dem som det er større mulighet for å få inn i arbeidslivet, og da er det jo fare for at disse kan gå over på passive sosiale stønader, hvor det også er vanskelig å få til aktivitetsplikt. at noen setter hardt mot hardt og krever at de skal omstille seg, skal legge bort disse normene – disse religiøse, fundamentalistiske normene, vil jeg si – og kutter stønadene hvis de ikke vil ta imot tiltak, som, slik jeg forstår det, det er fullt ut lovgrunnlag for å gjøre. Det er forståelig at det utvises et visst skjønn skjønn fra sak til sak, selvsagt, og ut fra den enkelte persons forutsetninger, men hvis skjønnet blir så åpent at det blir veldig forskjellig fra saksbehandler til saksbehandler, fra avdeling til avdeling og fra kontor til kontor hvordan man håndterer det, kan det bli for åpent, og det spre seg en misforståelse i disse fundamentalistiske miljøene om at det er mulig å unndra seg det å bli formidlet til jobber og tiltak, med en slik begrunnelse, og likevel fortsette å få stønad. Da er jeg sikker på at man gjør mange en stor bjørnetjeneste, og særlig utsatte kvinner, som følgelig vil bli utsatt for enda mer press hvis hvis disse miljøene, disse gruppene, som vil følge disse reglene, opplever at det er mulig å lykkes med å praktisere dem, og da vil fenomenet kunne bre seg. Så jeg mener at det er viktig at vi snakker tydelig og klart om dette, og særlig er det viktig at de som sitter i lederposisjoner på alle nivåer, gir klare signaler og opptrer entydig i Det er viktig å merke seg SSBs statistikk som kom 9. mai i år, som forteller at for kvinner fra land hvor det er innslag av fundamentalistisk islamisme, som jeg snakker om her, og hvor de retningene har fotfeste, er også sysselsettingen særlig lav. De som kommer fra slike land, som somaliske kvinner, viser SSBs statistikk av 9. mai at har 22 pst. sysselsetting. De som sysselsetting. De som kommer fra Pakistan, har vel 30 pst., og for kvinner fra Irak, Afghanistan, Eritrea ligger det også på ca. 30 pst. Det er veldig stor forskjell mellom kvinner fra disse landene og kvinner fra land som ikke har fundamentalistiske, islamistiske retninger. Det er to–tredobbelt så høy sysselsetting blant kvinner fra Sri Lanka og fra India. De forskjellene har sikkert mange årsaker, men en av dem kan være den islamistiske fundamentalismen, som slår inn i noen miljøer, som jeg har snakket om. Jeg vet at statsråden har solid bakgrunn fra Oslo-politikken, med å jobbe med politikken i bystyret og i byråd, og jeg ser fram til å høre om hvordan statsråden vurderer, om det er behov for å utvikle dette arbeidet på en klarere måte innenfor Nav, og om det er andre ting hun vil ta opp når det gjelder hvordan vi skal jobbe med

De fleste som tilhører en minoritetsgruppe vil, som andre arbeidssøkere, søke seg til yrker som samsvarer med deres kompetanse og interesser, og til arbeidsplasser hvor de kan utføre arbeidsoppgavene sine fullt ut. De som av religiøse årsaker eller av samvittighetsgrunner ikke vil utføre bestemte oppgaver, kan som oftest unngå disse ved å søke seg til andre jobber eller finne smidige løsninger på arbeidsplassen hvor de er. Som regel er dette noe som finner sine løsninger, og slik bør det være. Enhver utfordring tilsier ikke offentlige inngrep. Interpellantens utgangspunkt er imidlertid et annet, fordi det forutsetter at offentlige etater er involvert. Et eksempel kan være når en person som mottar stønad fra Nav, får et tilbud om jobb, men velger å takke nei på grunn av at oppgavene strider mot religiøs overbevisning, slik som også interpellanten hadde flere eksempler på. I slike tilfeller er vedkommende ikke i en situasjon hvor de kan velge fritt og samtidig beholde stønaden. Ved mottak av dagpenger under ledighet stilles det krav til at dagpengemottakeren skal være disponibel for arbeidsmarkedet. Det innebærer at vedkommende må være reell arbeidssøker,

har ingen bestemmelser om mulighet til å begrense disponibiliteten på grunnlag av livssyn eller religiøs overbevisning. Jeg har derfor bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å vurdere interpellantens spørsmål. Direktoratet gir uttrykk for at de er kjent med de problemstillinger som reises – vi har jo alle også lest om dem i mediene og fått høre det på annet vis – men direktoratet opplever at både regelverket og Navs egen veilednings- og opplæringsplattform er klar på dette området. Religiøst betingede yrkespreferanser skal som utgangspunkt ikke anses som tilstrekkelig grunn for å motsette seg enkelte oppgaver, men alle slike saker er avhengig av at det gjøres konkrete vurderinger. Direktoratet understreker viktigheten av å bruke tid på å gi god informasjon om hva som kreves i norsk arbeidsliv, at det fokuseres på muligheter og hva den enkelte kan gjøre, og at den enkelte blir orientert om hva som kan bli konsekvensene av å motsette seg bestemte typer oppgaver. Ofte vil det være slik at om en arbeidssøker skulle ha motforestillinger mot visse arbeidsoppgaver, vil det i realiteten være mange yrker vedkommende kan rette seg inn mot. Også for dem som mottar økonomisk sosialhjelp, er muligheten for å delta i arbeidslivet sentralt. Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som innebærer at den enkelte skal utnytte fullt ut alle reelle muligheter til å forsørge seg selv ved f.eks. arbeid før det foreligger en rett til stønaden. I Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv med merknader til loven framgår det at kravet om å skaffe seg arbeid må vurderes konkret ut fra tjenestemottakers helhetlige situasjon, men utgangspunktet er at den som søker arbeid, ikke kan velge bare å ta spesielle typer arbeid, men må ta det arbeidet som finnes, og som vedkommende er kvalifisert for. Det kan imidlertid foreligge forhold, f.eks. knyttet til barn eller egen helse, som gjør at kommuner må vurdere konkret hvilke krav som skal stilles i hvert enkelt tilfelle. Samtidig er det helt klart at regjeringen har fokus på overgang til arbeid og vil legge til rette for at kommunene i større grad kan stille vilkår om aktivitet ved mottak av sosialhjelp. Jeg anser ikke, med bakgrunn i interpellantens spørsmål, at det er behov for å utvikle klarere retningslinjer på dette området nå. Samtidig mener jeg vi trenger mer kunnskap og kanskje også refleksjon om samvittighetsfrihetens plass i norsk arbeidsliv. Regjeringen nedsatte i mars 2015 et utvalg som skal vurdere og utrede forhold rundt arbeidstakeres samvittighetsfrihet ved utførelse av arbeidsoppgaver. Samvittighetsutvalget skal levere sin utredning i løpet av høsten 2016. Behovet for å utvikle klarere retningslinjer vil eventuelt bli vurdert i lys av dette. Jeg sa innledningsvis at interpellantens spørsmål er prinsipielt viktig. Jeg har imidlertid ikke grunnlag for å kalle det et omfattende problem. Etter mitt syn er det andre forhold som utgjør langt større barrierer mot minoritetsgruppers arbeidsdeltakelse enn deres medbrakte skikker. Mange innvandrere mangler i dag kompetanse som etterspørres i norsk arbeidsliv, eller de mangler godkjenning av utdanning fra hjemlandet. Flere behersker norsk dårlig. Mange av dem som behersker norsk dårlig, har også bodd her i mange år. Noen sliter med å komme inn hos arbeidsgivere på grunn av svakt nettverk og manglende referanser. Vi vet også fra flere undersøkelser at Regjeringen har nylig lagt fram en integreringsmelding som inneholder en rekke tiltak som skal gjøre det lettere for innvandrere med fluktbakgrunn å komme over i arbeid eller utdanning. Det er også nedsatt et ekspertutvalg som skal se på langsiktige konsekvenser av høy innvandring og bl.a. vurdere hvordan dette kan påvirke samhold og hva som kan bidra til å redusere faren for polarisering og konflikt og styrke fellesskapsfølelsen i samfunnet. Regjeringen er opptatt av og vil motvirke at det utvikler seg «parallellsamfunn», slik vi har sett i mange land rundt oss. Fokus på arbeid er understreket i den nye Meld. St. 33 for 2015–2016, NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet, som ble lagt fram tidligere denne måneden, og i Prop. 122 S for 2015–2016, Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer Innsats som sikrer høy sysselsetting og lav ledighet, vil være blant de viktigste satsingsområdene for denne regjeringen i årene framover. Vi har også litt tidligere i dag hatt et møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd, hvor alle de store hovedorganisasjonene deltar, hvor vi har blitt enige om og underskrevet en samarbeidserklæring som nettopp har til hensikt å få de nyankomne innvandrerne raskere tilbake i arbeid, og erklæringen er en klar forpliktelse fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og myndighetene i hvordan vi skal jobbe framover for å integrere flere i norsk arbeidsliv. Jeg er helt enig med statsråden i at det er mange andre store barrierer når det gjelder å komme inn i arbeidslivet for minoritetsgrupper, som

Blant disse gruppene som jeg nevnte, gruppen av kvinner som kommer fra land hvor det er betydelig innslag av fundamentalistisk islamisme – med disse holdningene og disse reglene man skal prøve å praktisere og prøve å presse på kvinnene, og hvor det er 20–30 pst. deltagelse i arbeidslivet i Norge blant kvinnene – er det veldig mange som ikke er i nærheten av Nav eller i nærheten av arbeidsmarkedet, de er altså hjemmeværende. Og en av grunnene til at de er hjemmeværende og aldri har prøvd seg inn mot arbeidsmarkedet og derved aldri har lært språket eller fått den muligheten som andre har, kan være disse normene og kravene til bekledning, til ikke å berøre menn og til ikke å jobbe der det er alkohol og ikke halalslaktet kjøtt – ting jeg nevnte. Man kan spørre: Gjelder dette mange, gjelder det få? Jeg har ikke påtatt meg å ha et anslag på det, jeg nevnte. Man kan spørre: Gjelder dette mange, gjelder det få? Jeg har ikke påtatt meg å ha et anslag på det, men jeg vil si at vi har noen fundamentalistiske islamistiske retninger som er representert også med slike absolutte holdninger, som er representert også i enkelte moskémiljøer i Oslo. Noen av retningene kaller seg vel salafister, wahabister, og Noen av retningene kaller seg vel salafister, wahabister, og en stor ungdomsorganisasjon som Islam Net, hvor det også fins innslag av dette, samler flere hundre ungdommer på sine stevner. Så vi må være klar over at dette er ikke bare snakk om gammelt tankegods som er i ferd med å dø vekk, men det også snakk om tankegods som har et visst fotfeste i enkelte miljøer, uten at jeg skal anslå omfanget, utover det at jeg stadig hører om det, også fra dem som jobber med formidling i Nav og i andre etater som er berørt av dette. dette. Derfor mener jeg at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste, gjør de kvinnene og andre som er berørt, en bjørnetjeneste, hvis vi ikke snakker om det. Det oppfatter jeg absolutt at statsråden ville og begynte på. Jeg kjenner ikke retningslinjene i Nav godt nok til at jeg skal påta meg å si den eller den retningslinjen må presiseres, men i hvert fall fra dem som jobber med det helt i førstelinjen, meldes det at det er forskjellig praksis, uklar praksis, så det er i så det er i hvert fall behov for mer kommunikasjon, mer diskusjon om dette innenfor Nav og mer oppbygging av beste praksis. Jeg syns et myndig Nav er et godt slagord, og det gjenstår nok en del på dette feltet for å få det til virkelig å virke. Dette er en interessant diskusjon, og det er

praktiseringen av reglene som kanskje ikke er i tråd med det vi isolert sett skulle ønske. Men samtidig kan det være flere grunner til at regler praktiseres liberalt, om man kan si det også, det kan være manglende kompetanse hos ansatte selv på hvordan man skal tolke regelverket. Det er ett forhold. Det kan selvfølgelig være at man er velmenende og tror at dette er det man bør gjøre, man ønsker å forstå dem man møter på av klienter osv. Men det kan også være at ansatte tolker regelverket liberalt også fordi de frykter at en streng praktisering kan gjøre at man mister personene, at personer som man ønsker å holde i ved at man er for streng. Så jeg tror det kan være flere grunner til at ansatte eventuelt ikke praktiserer regelverket så strengt som det vi ideelt sett kanskje mener at de skulle, uten at jeg nødvendigvis kan – jeg holdt på å si – dømme de ansatte for det. Jeg vet fra min erfaring fra Oslo at ansatte der ute i førstelinjen står i et konstant spenningsforhold, hvor man på den ene siden skal vi ønsker at vi skal praktisere, og samtidig ser vi fra tid til annen også at regelverket og realitetene kanskje ikke alltid er like avstemt, og man må gjøre konkrete individuelle vurderinger. I forbindelse med integreringsmeldingen, som nå ligger til behandling i Stortinget, har vi også sagt helt tydelig at vi skal starte tidligere med samfunnskunnskap i mottakene, uavhengig av om folk skal bo i Norge eller sendes ut. Noe av grunnen til det er at vi ønsker nettopp å tydeliggjøre hvilke verdier vi legger til grunn i det norske samfunnet, hvilke forventninger vi har til hverandre, og på den måten også hjelpe dem som kommer og skal bo her en stund eller bo her permanent, til å forstå hvordan det norske samfunnet fungerer med tanke på forholdet mellom kjønn, forholdet mellom voksne og barn og også hvordan det norske samfunnslivet og arbeidslivet fungerer. Integrering er smertefullt, det tar tid, og vi må alle være villig til å gjøre det som kreves. Til denne konkrete problemstillingen som interpellanten har tatt opp, tror jeg som sagt ikke det nødvendigvis er regelverket i seg selv

Her har vi som samfunn en stor utfordring og en jobb å gjøre. Vi må få til en endring i denne statistikken. Hva kan våre nye landsmenn bidra med? Hvordan kan vi utnytte deres kompetanse og tilrettelegge slik at de får nødvendig kompetanse, slik at de får en fot innenfor arbeidslivet? Det å ha en jobb vet alle betyr veldig mye for oss mennesker. Uten arbeid er det lett å miste selvrespekten, og vi vet også at livskvaliteten blir dårligere. Derfor er det så viktig at alle som kan og har helse til det, kan få en jobb å kan og har helse til det, kan få en jobb å gå til. Interpellanten sier han er bekymret over den høye arbeidsledigheten i noen innvandrermiljøer, ikke minst når skikker og adferd av religiøs karakter er begrunnelsen og en hindring for at folk kommer i jobb, f.eks. når noen takker nei til arbeid fordi det er i konflikt med religiøs overbevisning, som vi fikk mange eksempler på. Jeg vet ikke hvor stort og utbredt dette problemet er. Jeg tror ikke det er så veldig stort. Da tror jeg faktisk at vi i arbeids- og sosialkomiteen hadde fått mange henvendelser om akkurat dette. Det har vi ikke fått. Men jeg har nok også hørt om enkelttilfeller, som det ble referert til her, men tilbakemeldingen som jeg har fått fra Nav, er at hvis arbeidsledige ikke tar imot tilbud om jobb eller deltar på aktivitet, er det altså snakk om å få trekk i ytelser. Regelverket er veldig klart på dette området. Ingen kan selvfølgelig tvinges til å jobbe, men prisen vil da være at ytelsene blir redusert eller borte. borte. Det må selvfølgelig komme klart frem. Er man i stand til å jobbe og har helse til det, skal man yte før man tar imot ytelser fra staten. Så er det viktig å legge til rette på arbeidsplasser og se muligheter og løsninger i møte med ansatte med religiøst begrunnet adferd. Jeg kjenner til sykehjem hvor det er muslimske pleiere, hvor det brukes tynne plasthansker når det serveres mat, eller når man håndterer Det er jo ikke noe problem, og egentlig er det ganske hygienisk. Det er viktig å bli kjent med hvilke regler og skikker som gjelder i møte med andre land og fremmede kulturer. Det gjelder også oss, når vi er fremmede i andre land. Det handler om respekt og kulturforståelse. De som kommer til vårt land, må få innføring i hvilke lover og regler vi har, og hvordan vårt samfunn fungerer. Da viser jeg til integreringsmeldingen og til introduksjonskurs og hvor viktig det er å få kunnskap. Jeg har nevnt det i denne salen før, men Telenor har lenge vært en foregangsbedrift når det gjelder å inkludere innvandrere fra ikke-vestlige land inn i arbeidslivet, særlig folk med høyere utdanning. I samarbeid med Nav har de utarbeidet programmet Telenor Integration for høyt utdannede innvandrere fra asiatiske land, og programmet er en målrettet innsats mot de utfordringer mennesker fra ikke-vestlige land har i møte med norsk arbeidsliv. Det handler om kulturforskjeller, kommunikasjon og væremåte. Deltakerne får verdifull kunnskap og reell arbeidserfaring i Telenor eller i bedrifter som Telenor samarbeider med, og de får innføring i uformelle og formelle regler i norsk arbeidsliv og opplæring og bistand i jobbsøking. Dette er et vinn-vinn-prosjekt, og det er viktig at deltakerne får vist hva de kan, og at samfunnet får brukt tilgjengelig Dette programmet har vært en kjempesuksess, og av dem som har søkt på dette programmet, har faktisk tre av fire kommet i jobb. Samarbeid med det ordinære arbeidslivet er en suksessfaktor for å lykkes, og vi har en regjering som er opptatt av resultater og hva som virker. Derfor vil også regjeringen styrke ordningen med arbeidspraksis og arbeidstrening innenfor ordinært arbeidsliv, motivere arbeidsgivere til i større grad å ta sjansen på å ansette folk som en er litt usikker på, ved å tilby ulike tilretteleggingsordninger, øke bruken av lønnstilskudd og etablere en ny oppfølgings- og tilretteleggingsavtale, som sikrer både arbeidsgiver og tiltaksdeltaker oppfølging og kontaktperson i Nav. Skal vi lykkes med å inkludere flere i arbeid, må alle være med og bidra. Vi Nav må, sammen med næringslivet, være tydelig på hva som forventes av arbeidstakere i Norge – hvilke regler som gjelder, med tanke på adferd, bedriftskultur og bekledning, f.eks. Det er viktig ikke å se seg blind på problemene, men heller heie på de bedriftene og de arbeidsplassene som ser mulighetene og ikke begrensningene.

mor og søkte på en jobb her i Oslo, at den som eide den butikken, spurte: Får De lov til dette av Deres mann, da, fru Andersen? Så vi må tenke at det tar litt tid. Interpellanten nevnte at dette var veldig fundamentalistiske, religiøse miljøer – og de finnes sikkert: Men dette handler altså mer om tradisjoner, det at det å være et ordentlig kvinnfolk handler om å holde seg hjemme og passe

dem. Da må vi lage noen arenaer hvor det er trygt for dem å være. Norske Kvinners Sanitetsforening gjør en fantastisk jobb, for de kan skaffe noen av disse kvinnearenaene der en kan komme og ta de første stegene. Jobbsjansen er en annen bra ordning, som jeg oppfordrer statsråden til å stå på i hundre for å få mer av, og også bruke kvalifiseringsprogrammet mye mer. Så nevnte interpellanten noen av disse problemene som kan oppstå knyttet til enkelte arbeidsplasser. Det har jeg hørt også. Jeg var på en stor konferanse på Hamar, der imamen i menigheten var. Han sa hva han svarte når det var noen i hans menighet som sa at de ikke kunne jobbe i butikk, f.eks., fordi det ble solgt alkohol der. Han sa: Da svarer jeg at det er der inntektene kommer fra – det er bl.a. den alkoholen som betaler lønnen din og det du får å leve av, og den hjelpen du får i Norge, så hvis du ikke kan ta den jobben, kan du heller ikke ta imot de pengene, for de kommer fra samme sted. Han sa at det virker bestandig. I Stange kommune har de utviklet arbeidsantrekk til f.eks. somaliske kvinner som gjør at de kan klare å utføre arbeidet sitt. sitt. Jeg hørte en representant fra Høyre her snakke om andre typer tilpasninger. Jeg må nok innrømme at det å stelle i stand mat med plasthansker på er greit, men omsorg til gamle mennesker som kanskje trenger at noen også tar på en, kan ikke gis med plasthansker på. Men det kan hende det tar litt tid å bryte noen av disse tabuene. Men det kan hende det tar litt tid å bryte noen av disse tabuene. Vi må gjøre det, men jeg er veldig enig i det statsråden sier om at også en individuell behandling må til. Da handler det, tror jeg, noen ganger om at de som jobber enten i introduksjonsprogrammet – for det skal i hvert fall de nye som kommer nå, i Nav, som skal hjelpe dem som har vært her en stund, også må ha tid til å jobbe med dette, for det er veldig ofte holdningsendringer som må til, ikke minst det å sette mot i dem som lever i sosiale tradisjoner der en virkelig må bryte barrierer og slåss for å få det til. Så er det umulig å hoppe bukk over at regjeringen har At de da har tenkt å ha opplæring i folkeskikk og i skikk og bruk i Norge, er bra, men det spiser også av norskopplæringen, så det burde komme i tillegg. Så vil jeg nevne dette med For en del av de kvinnene som i hvert fall har vært knyttet til noen prosjekter før, har det å få etablererkompetanse, å kunne starte for seg sjøl, vært en mulighet til å bryte barrierer, særlig der en blir diskriminert, som også statsråden var inne på. Det er også et element her at noen blir diskriminert, og det blir jo dobbelt opp for disse kvinnene hvis de egentlig ikke får lov hjemme til å gå ut i arbeidslivet, og når de prøver, får de heller ikke jobb. Jeg tror at dette kommer til å gå bra, for jeg ser på de yngre generasjonene at de er på full fart inn både i arbeidslivet, i akademia og over alt, og vi må heie på dem. dem. Så må vi ha noen tålmodige, langsiktige tiltak for de kvinnene som må bryte disse tradisjonene, for de trenger støtte når de skal gjøre en så vanskelig omstilling. Jeg vil takke for gode innlegg fra både representanten Stein Mathisen og representanten Karin Andersen, som

de jentene. En av de tingene som ga meg impulsen til å ta opp dette og gjøre noe med det, var at jeg så en ungdom som jobbet i en butikk og ble skjelt ut av «moralpolitiet» fordi han jobbet der. Når vi skal støtte dem, må vi også være i stand til å snakke om problemet. For det er ikke alle som har det like enkelt, og de trenger at storsamfunnet og alle som er ledere der, gir klare signaler. Det er veldig viktig, som representanten Andersen var inne på, å samarbeide med moskeene og imamene, ta opp disse spørsmålene med dem og få gitt klare signaler til dem fra dem som vil være med på det. Men det er ikke alle steder det er like enkelt, og da må vi ta diskusjonen. Det som representanten Stein Mathisen sa om at man ikke har fått mange eksempler til arbeids- og sosialkomiteen – ja, det forstår jeg. Jeg får jo det inntrykket at at de ansatte i Nav som jeg snakker med, og andre liksom har en selvjustis – dette skal man ikke snakke for mye om. Man er redd for å nøre opp under fordommer. Det er delvis sånn, og delvis har systemet noen sånne føringer. Jeg tror det er viktig at for å kunne forebygge fordommer på en ærlig og troverdig måte må vi også snakke om den typen problemer. den typen problemer. Den tabben tror jeg man har gjort i Sverige, i drabantbyer der, at man ikke har hatt «lov» til å ta sånne debatter. Det må vi være i stand til å gjøre. Derfor tror jeg det statsråden var inne på om å bygge kunnskap og kompetanse helt ut i førstelinjen i Nav rundt dette og diskutere erfaringer, forsøke å lage en mer ensartet praksis, som man blir tryggere på, ville være veldig fornuftig, særlig i de områdene der man har størst utfordringer – som jeg er helt sikker på. jeg er helt sikker på. Jeg synes også det var interessant at statsråden sa at når det gjaldt folketrygdloven, lå det ingen direkte føringer med tanke på dette, og at hun hadde bedt direktoratet eller hvem det var, om å se på den delen. Det er fint, og jeg håper at det også framover vil bli tatt initiativer til at man jobber mer aktivt og tydelig med dette, at man setter ord på det i Nav-systemet, og at vi andre også kan gjøre en jobb i det samarbeidet vi har med moskémiljøer og andre. Dette er en samfunnsdebatt som vi ikke kan la dø hen. Sånn som jeg opplever det, er det ikke gitt at

knyttet til kulturelt betingede preferanser med tanke på tiltak og jobb. Nav skal hjelpe arbeidssøkere med å få seg jobb og arbeidsgivere med å finne nødvendig arbeidskraft og har sånn sett et stort ansvar for å motvirke etnisk diskriminering. I etaten har man utviklet retningslinjer for å motvirke etnisk diskriminering i forbindelse med arbeidsformidling i Nav. Gjennom en del AMO-kurs som er tilpasset innvandrere med behov for økt kompetanse, tas også interpellasjonens temaer opp, og det vektlegges også god informasjon om den enkelte arbeidssøkers muligheter og begrensninger og de krav som stilles i norsk arbeidsliv og Nav. Jeg tror også, som representanten Andersen, at det er avgjørende viktig at vi som majoritetsbefolkning støtter opp under og heier fram alle de krefter som vi nå ser kommer, de unge røstene som tar til motmæle mot antiliberale holdninger og konservativ livsstil. Vi ser at mange har slitt oppigjennom, mens majoritetssamfunnet har vært pinlig tause når de har kjempet sin ganske kamp. Nå ser vi at det vokser fram en generasjon som det er viktig at vi heier fram. I Norge skal alle jobbe – helt eller delvis – såfremt de kan. Jeg er opptatt av at våre velferdsordninger og vårt lov- og regelverk skal understøtte det. Vi kan ikke akseptere at man velger å isolere seg av religiøse grunner. Det er vår oppgave å bidra til at flest mulig deltar helt eller delvis i aktivitet eller jobb. Sånn sett synes jeg at denne diskusjonen og debatten har vært god. Jeg er glad for at interpellanten har tatt dette opp.

Dette er spennende. Nå er det riktignok enkle ting vi lar oss glede over, som allerede nå er gårsdagens teknologi og bare småting sett i forhold til de virkelig store teknologiske framskrittene vi står overfor. Innenfor bl.a. transportsektoren blir vi stadig presentert for nye løsninger der det ene overgår det andre – ja, det er nesten til å miste pusten av – det være seg innenfor kollektivtransport, persontransport, bilindustri, miljøteknologi, infrastrukturutvikling og ikke minst innenfor arbeidet med sikkerhet. Ny nasjonal transportplan for perioden 2018–2029 jobbes det nå intensivt med på mange fronter. Partigruppene gjør arbeid lokalt og på fylkesnivå. Det legges ned mye arbeid i Stortinget, og regjeringen jobber hver dag med sitt forslag til en ny plan. Med dette i bakhodet er det å være oppdatert på hvilke teknologiske utviklinger vi faktisk står overfor innen transportsektoren. Det er kun én ting vi vet helt sikkert, og det er at morgendagen ikke vil være lik dagen i dag. Fortiden blir framtid. Det er stadig debatter her i Stortinget og i offentlige fora om hvordan vi skal legge til rette for framtidig utvikling, og om vi skal regulere og styre det, eller la teknologiutviklingen komme av seg Vi skal faktisk ikke så altfor mange årene tilbake før mobiltelefonen, slik vi kjenner den i dag, var helt annerledes. Utviklingen går som sagt veldig fort. Ny nasjonal transportplan skal ses over en tolvårsperiode, og de transportformer vi kjenner til i dag, vil med liten sannsynlighet se helt like ut om bare få år. Dette må vi ta inn over oss i arbeidet med denne planen, men også i vårt Det har gått sport i å være strengest, snakke høyest og være mest reguleringsvillig hva gjelder transportsektoren. Bilistene skal stadig pålegges nye avgifter, næringer innenfor kollektiv, skipsfart og andre aktører skal pålegges krav, forskrifter og fordyrende regler – dette til tross for at all erfaring viser at markedet regulerer dette på en utmerket måte selv. Vi legger til rette, og

Med teknologiutviklingen vi ser på alle områder hver dag, og da spesielt innenfor transportsektoren, kan vi med sikkerhet si at vi må bygge veier for biler også i framtiden. Folk kommer til å fortsette å kjøre bil, vi kommer til å trenge veier, og det kommer til å øke på. Kjøretøyene vi er vant med i dag, vil ikke være like i morgen, og det er beklagelig at ikke partiene som motsetter seg utbygging av vei i Norge, tar inn over seg denne

Daimler planlegger å bygge smarttelefoner, så ville ikke Apple vært søvnløs om natten; og det samme gjelder for meg».» Videre står det: «Porsche konsernsjef Oliver Blume sa for et par måneder siden, at «en Iphone hører hjemme i lommen, ikke på veien».» Da ser vi egentlig at innovasjon er svært vanskelig i store og vellykkede bedrifter. Man må balansere ønsket om risikofylt nyskaping med samtidig forsvar av den bestående forretningsmodellen under press. Til tross for dette ønsket om nytenkning forventer eierne, ansatte og relaterte parter økonomisk stabilitet og forutsigbar forretning og drift. Men innovasjon er uforutsigbart, og satsingen må være langsiktig og toppstyrt, fra en allerede overbelastet ledelse. Den krever nye organisasjonsprinsipper, nye ledermodeller og nye talenter. På kort sikt virker det mer ansvarlig å utsette endringene, styre unna ny risiko og oppnå sine og selskapets kortsiktige mål. Derfor argumenterer altfor mange etablerte ledere som våre venner over, og overbeviser seg selv og sine om trygge inngangsbarrierer i form av leverandørkjede, ressursknapphet, regulering eller en eller annen unik ressurs de fortsatt kontrollerer. Det er jo nettopp det som er utfordringen: å klare å se framover, klare å gi slipp på det eksisterende og være åpen for nye løsninger. Det står også følgende i Aftenposten i dag: «Noen sier at det ikke lenger er de store fiskene som spiser de små, men de raske som spiser de trege. Det er fortsatt de store som kommer til å sette tonen og takten for fremtidig forretning, men det blir noen nye mega-fisker. De er i ferd med å vokse seg store nå. Vi har ikke tid til å la være å dyrke frem noen unike og raske konkurrenter.» Alle husker Nokia. I Aftenposten i dag står det også: «Nokia hadde verdens beste mobiltelefon; derfor hastet det ikke med smarttelefoner.» Og da må en jo spørre seg: Er din tjeneste, ditt produkt, din bil eller ditt nyutviklede produkt i dag like uerstattelig om en uke, om en måned, om et år? Det er nettopp denne utviklingen som det er viktig nå å ta del i. Jeg ser fram til å høre statsrådens svar på en del av disse utfordringene. Jeg håper at vi med denne debatten vil debatten vil komme videre. Det haster, nettopp på grunn av at teknologien som vi har nå – klokken kvart på seks – i morgen på samme tid allerede er kommet et skritt videre. Takk

men det handler også om å redusere utslippene, redusere reisetiden og redusere belastningen på lokalmiljøet. Vi gjør mye allerede nå for å modernisere samferdselssektoren. Ikke minst gir det seg utslag i en kraftig økning i vedlikehold, som gjør at forfallet på både vei og jernbane er kraftig redusert under dagens regjering og dagens flertall. Vi har gjort mange forbedringer i organiseringen av samferdselssektoren. Vi har flyttet havneansvaret inn i Samferdselsdepartementet, vi har opprettet et veiselskap, vi gjør reformer på jernbanesektoren, vi har innført en ny loslov, det skjer ting med opprettelse av et infrastrukturfond o.l. På alle sektorer innenfor Samferdselsdepartementets område har det skjedd forbedringer. I tillegg har vi klart å få orden på samarbeidet om å etablere bedre datadekning langs jernbanelinjene. Det er også en del av den moderniseringen som skaper effekt med en gang

når vi virkelig skal tenke framover på hvordan vi skal planlegge samferdselssystemene våre for neste generasjon, må vi tenke på mer enn de tingene jeg nevnte nå. Vi må tenke på de paradigmeskiftene som av og til kommer, som gjør at transportforskere tar feil fordi verden i morgen ikke er sånn som den var i går, bare litt nyere. Folk får rett og slett andre preferanser fordi teknologikjøretøy og livsstil gjør det mulig. Når jeg reiser rundt og snakker om dette på konferanser, og det er heldigvis mange utenfor denne sal som er opptatt av dette, har jeg en foil som viser 5th Avenue i New York i 1900 og i 1913. Bildet fra 1900 viser en gate full av fotgjengere, full av hester og én bil. Tretten år senere, altså en NTP-periode senere, er det masse fotgjengere, en NTP-periode senere, er det masse fotgjengere, én hest og mange biler. På tolv år – og det er det vi snakker om for Nasjonal transportplan – hadde samferdselsinfrastrukturen endret seg dramatisk i den byen – til det bedre vil jeg tro de aller fleste sier, ikke fordi politikerne innførte en avgift på hest i byen, ikke fordi man innførte en rushtidsavgift eller forbød hester, men fordi næringslivet og industrien tilbød noe som hadde. Jeg føler litt på, når vi diskuterer våre samferdselsutfordringer i dag, at det nesten er som å være tilbake på 1900-tallet, bare at den diskusjonen man fører, er om man skal forby hesten, og så står man med ryggen til bilen. I dag er løsningen på alle problem at man skal forby bilen, og så står man med ryggen til teknologien. For oss er det viktig at vi står med ansiktet mot mulighetene. Jeg tror vi kommer mye lenger de neste årene hvis vi samler oss om å se på mulighetene som dukker opp, framfor å prøve å løse gårsdagens problem med gårsdagens forbud. Derfor bruker vi mye tid på å samarbeide med næringsliv og med andre land. Vi gjennomførte nylig en framtidskonferanse, der den amerikanske transportministeren, den finske ministeren, Elon Musk, som har grunnlagt bl.a. Tesla og SpaceX, folk fra Xerox, folk fra Norwegian, ja fra norsk næringsliv generelt, diskuterte mulighetene og hvordan norsk næringsliv kan bli en del av det. Det som var viktig da, var nettopp å få samarbeidet på plass, slik at vi kan knytte oss opp mot sterke miljø andre steder ved bruk av Norges fortrinn, at vi er en liten nasjon som er fleksibel, som kan snu seg raskt rundt, som har kort vei mellom myndighet og næringsliv, nettopp for å kunne være smidige. Den type løsninger ønsker vi å bruke mer og jobbe for å få på plass. Da er det viktig at vi som politikere sørger for at ikke regelverket stopper ting. Det kan være sånn i dag at det stilles krav i myndighetsorgan som gjør at den teknologiske løsningen som en bedrift jobber med, trenger et par år før den er lovlig i henhold til norske lover. Derfor bruker vi mye tid på å snakke med næringslivet og høre hva de har i tankene, nettopp for at vi kan sette i gang prosessen med å endre lovverket. Derfor har vi allerede fått vedtatt en ITS-lov i Stortinget. Derfor har vi i departementet satt i gang arbeidet med å lage et lovverk som tilrettelegger for førerløse biler. Derfor har Kystverket foreslått i Nasjonal transportplan at vi skal legge til rette for å kunne ha et testområde i Trondheimsfjorden for autonome skip – alt dette for å kunne ligge i forkant. I går hadde jeg møte med et av de store selskapene som driver med droneteknologi i Norge. De sier at vi ikke nødvendigvis er ledende på alle områder, men Norge er spennende fordi vi har mye kompetanse, vi har smidige myndigheter, og vi får lov til ting i Norge som man ikke har tillatt i andre land. Det gjør at Norge er et spennende sted å utvikle disse produktene ut mot et marked, som igjen gjør at vi kan sørge for at arbeidsplasser skapes her hjemme, i stedet for at vi blir en importør av andres suksess. Slik ønsker jeg at vi skal fortsette å jobbe. Derfor er jeg veldig fornøyd og glad når Avinor står i forkant med å utvikle fjernstyrte tårn til flyplassene – ikke fordi vi skal fjerne arbeidsplasser, men fordi vi kan få en enda bedre åpningstid på flyplasser over hele landet ved at man får teknologien inn på fingerspissen, eller gjerne rett på øynene til folk gjennom digitale briller, som gjør at man har informasjon langt utover det man normalt kan se gjennom et vindu. Ved at man utvikler dette i Norge, kan vi være med og være dem som skaper som drifter dette, og som leverer til andre land. Jeg synes det er spennende når Avinor og andre bidrar til utvikling av selvkjørende brøytebiler. I dag møtte jeg en av entreprenørene i Oppland, Gjermundshaug, som også er med og bidrar inn i dette arbeidet og allerede har noen fjernstyrte anleggsmaskiner. Tenk om vi kunne fått det på en del flyplasser i distriktene om vinteren kunne fått ut brøytebiler fordi ambulanseflyet må ned, i stedet for å måtte vente fordi folk må kjøre langt for å komme seg på jobb? Ville vi fortsatt trenge ansatte? Ja, for all del. Dette skal driftes, men jeg tror ingen savner heisføreren i dag. Vi har sannelig fått mange andre typer arbeidsplasser i stedet. På samme måte hadde vi så sent som i går møte med et annet selskap, som utvikler og vil levere tog basert på hydrogendrift – ikke fordi de vil erstatte kjøreledninger alle steder, men fordi man en del steder, der trafikken gjerne er på et lavt nivå og distansene lange, mye raskere vil kunne modernisere jernbanen med å få hydrogendrevne tog på plass framfor å vente på å få bygd kjøreledninger. Det er en framtid som rundt hjørnet. Da er det viktig at vi bidrar til utviklingen av lovverket, måten vi tenker på, og de løsningene som en kommer fram med. Det er grunn til å tro at vi nå nettopp ikke er – for å dra parallellen til hestebildene – i 1870, der alt er 40 år fram i tid, men heller kan snakke om at vi i dag faktisk er i 1905, der prosessene har startet, og vi må passe på at vi ikke er for sent ute. Det er en del verdenstrender nå som endrer bildet. Der vi før sto og skrøt av Der vi før sto og skrøt av norsk vannkraft og Think, ser vi nå at den globale industrien produserer billigere fornybar energi, som gjør at flere globale selskap er interessert i å levere ting som går på strøm. Man sier at fornybar strøm fra solceller kan produseres i Midtøsten for det som tilsvarer rundt 10 dollar fatet. Man ser at kostnadene med batteriteknologi går kraftig ned. Ja, det samme skjer når det gjelder hydrogen. Det betyr noe for hva slags drivverk, hva slags motortyper, man kan ha i kjøretøy. Radarer og sensorer synker i pris i en grad vi ikke har sett før. Radaren som Google har på sin Lexus, har gått fra å koste rundt 70 000 dollar til neste modell som hadde kostet 90 dollar – fra 70 000 dollar til 90 dollar. Og på telekomsiden ser vi at det vi syntes var raskt med 4G, vil bli slått ned i støvlene når man får 5G om få år. Alt dette gir muligheter for å koble sammen infrastrukturtilbud – busser man kan bestille via en app, som henter deg på døren og leverer deg på et stort kollektivknutepunkt, som gjør at folk i framtiden kanskje ikke ønsker å eie bil fordi tilbudet er så mye bedre hvis de har en mobiltelefon og et abonnement til et

Vi i Fremskrittspartiet gleder oss til å jobbe videre mot en ny nasjonal transportplan, som vedtas i 2017. Vi gleder oss også veldig til å følge teknologiutviklingen, og hvordan vi best mulig kan følge opp dette i planene. Når det er sagt, ønsker jeg å kommentere en av medaljens bakside med teknologiutviklingen. I en mer og mer digital verden er vi også veldig avhengig av å tilpasse regelverket vårt på en sånn måte at vi står klar til å ta imot Vi står overfor spørsmål hva gjelder regelverk for autonome kjøretøy, f.eks. Hvordan forholder forsikringsbransjen seg til dette? Og hvor er til syvende og sist ansvaret plassert? Et annet aspekt er utfordringer som gjelder cyber-sikkerhet og hacking mot digitale systemer, for det betyr at vi gjør oss mer sårbare og mer utsatt for avhengighet og sikkerhetsbrudd. Det er balansen mellom ny teknologi og sårbarhet og balansen mellom datasikkerhet og personvern har vi en utfordring. Med de autonome bilene ‒ f.eks. hvis noen bare vil hacke seg inn sånn at bremsene ikke lenger fungerer ‒ hva da? Vi vet f.eks. at en iPhone 6 kan kobles mot cockpit i fly. Vi vet at vi nå skal kjøpe nye jagerfly, F-35, som jeg vil påstå er flyvende datamaskiner. Hvor sikkert er det? Cyberteknologi og nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som ligger under Samferdselsdepartementet, det helhetlige ansvaret vi har for dette området, og det behovet vi har for en samordning tverrdepartementalt, må løftes høyere. For det er sånn at dette kommer bare til å bli gripe mer og mer om seg. Da er det viktig at vi klarer å ha et parallellspor. Vi ønsker teknologiutvikling. Vi ønsker nye muligheter innenfor samferdselssektoren. Vi ønsker teknologi velkommen, men vi åpner også opp for sårbarhet. Da er mitt spørsmål: Klarer vi dette parallellsporet? Klarer vi å være på sånn at vi også minsker sårbarheten? Det er veldig lett å la seg begeistre av denne utviklingen, men, som sagt, det er også en bakside av denne medaljen.

og påfører folk bevisst eller ubevisst skade. Det handler også om personvern. Etter hvert som en går rundt med mobiltelefoner og kanskje sitter i kjøretøy som sender og kommuniserer mye informasjon til andre for å få bedre flyt i trafikken, er det også fare for at noen kan overvåke ved at en får tilgang til de dataene. Jeg tror at det er mye å vinne på en anonym måte kan få oversikt over hvilke biler som er hvor, rett og slett for å finne ut hvor det er trafikkork, for å kunne rute trafikken bedre. Men hvis du vet at «fru Nilsen» sitter akkurat der til enhver tid, er det ikke like hyggelig lenger. Det er noe av den balansen vi må finne ut av. Hvordan gjør vi det slik at folk fortsatt føler seg trygge på at de ikke overvåkes, og at ikke informasjon misbrukes, samtidig som vi kan bruke informasjon til å gi dem en bedre hverdag enn de ellers ville hatt? På samme måten ser jeg for meg at når vi om noen år kanskje har fått de små, selvkjørende bussene som hjelper deg den første kilometeren på vei for å få deg til de store kollektivterminalene, vil fortsatt en del folk kanskje ønske at de skal kunne få hjelp ved uhell eller ved truende passasjerer – at det kanskje er en form for videoovervåkning der du selv kan styre til hvilken tid du blir overvåket, rett og slett fordi det hjelper sikkerheten, og til hvilken tid du har lyst til å være alene, når du ikke føler deg truet. Den type diskusjon er også svært viktig i dette. Men det er også en annen del som gjør at vi som politikere må diskutere, for vi har f.eks. mye diskusjon om drosjeregulering nå. Uber-teknologien gjør at folk kan bestille drosjer på en annen måte, men det er fortsatt slik at bilene blir kjørt av en person. Hvis en om ti–femten år – eller som amerikanerne tror, om fem år har førerløse biler som kjører deg rundt i lokalmiljøet, er det da drosjer? Kan det hende at det er et leiebilselskap som har tilbudt deg dette, eller kan det like gjerne være en bilprodusent? Når vi nå ser på de tre store amerikanske bilprodusentene, i tillegg til Tesla, ser vi at Chrysler har teamet opp med Google, som det første eksterne selskapet Google samarbeider med om selvkjørende biler. Både Ford og GM har kjøpt seg inn i store nettopp for å bli en del av en kjede som går på tvers av alt. Det som i dag er en åpenbar drosjebransje, hvor en har en person som kjører drosjebil, kan i framtiden være et leiebilselskap som allikevel utfører den samme jobben som en drosje gjør, rett og slett fordi teknologien gjør det mulig. Det også er utfordrende for oss politikere og gjør det svært viktig å ta

for korleis Noreg og norsk kompetanse kan ta ein leiande posisjon innan utvikling av heilt og delvis sjølvkøyrande køyretøy og skip. Teknologiske framskritt har gjeve oss eit raskt skifte i kva som er mogleg å automatisera. Innan fleire område er skiftet kome langt i å skapa nye moglegheiter for meir heil- og delautomatisering av tenester og oppgåver. Full utnytting av teknologi opnar for eit stort scenario av ulike autonome løysingar. Sensorar og avansert programvare kan òg nyttast til automatisering i køyretøy som bil og båt, hjelpemiddel i heimen og i f.eks. helsesektoren. For mange innan olje og offshore er automatisering og fjernstyring velkjend teknologi. Dette er verdifull kompetanse som må bringast vidare også til andre næringsområde. Teknologioptimisme og kreative miljø over heile landet er eit kjent varemerke for Noreg. Me er tidleg ute med å ta i bruk teknologi, og store produsentar refererer til Noreg som eit føregangsland. Det er bra og lover godt for nye idear til nye næringar. Dette vil kunna påverka transportkvardagen til kvar enkelt samt transport i næringslivet både til lands og til sjøs. Endringane på køyretøy og skip vil også kunna påverka behovet for og innrettinga av infrastrukturen samfunnet skal byggja ut både på kort og på lang sikt. Eg vil visa til at fagetatane den 29. februar i år i grunnlagsdokumentet sitt for Nasjonal transportplan skriv: «Utviklingen av automatikk i kjøretøy går raskt, og medfører en rekke utfordringer som må Dette gjelder særlig lovverk, ansvarsforhold og personvern. Sverige har nylig nedsatt en statlig utredning om selvstyrende kjøretøy. Med hensyn til den raske teknologiske utviklingen foreslår transportetatene at dette skjer også i Norge, og utvides til å omfatte skip.» Arbeidarpartiet meiner at ein grundig gjennomgang av dei prinsipielle sidene ved denne og det vil vera ei rett tilnærming å oppretta ei breitt samansett ekspertgruppe med ulike fagkompetansar for å drøfta og gje anbefalingar for vegen vidare på dette viktige området. Som ein av forslagsstillarane bak forslaget som vart levert inn i dag tidleg, ser eg fram til dette arbeidet, og eg vil anta at det er brei støtte for dette i Stortinget. Stortinget. Eg forstår det også slik at statsråden har tenkt å følgja dette opp utan opphald. Her har Noreg føresetnad for og moglegheit til å lukkast. Innan transportsektoren står me føre to megatrendar. Den eine er grønt skifte, som har fått litt forskjellige namn, men der vi har gjort og gjer veldig mykje. Så har vi dette med digitalisering i sektoren. Me i Arbeidarpartiet vil vera med på å ha handa på rattet når det gjeld å leggja til rette for førarlause

Dette utfordrar. Det utfordrar politikken. Transportsektoren må vere leiande i arbeidet med å adressere dei negative ringverknadene sektoren genererer, ikkje berre fordi transportsektoren står for ein stor del av dei globale og lokale klimautsleppa, men òg fordi innovative løysingar og bruk av teknologi innan transportsektoren kan bidra til ein betre og enklare kvardag for folk flest, auka konkurranseevne for industrien, samtidig som sikkerheita og miljøet òg blir varetekne. Autonome bilar som kan køyre både raskt, tett og trygt heilt utan sjåfør om bord, er ei av mange teknologiske løysingar som vil kunne vere eit viktig bidrag til framtidas transportsektor. Samfunnsnytte i form av betre utnytting av infrastrukturen og jamnare og tettare trafikkflyt er rekna til å kunne frigjere potensielt 70 pst. av vegflata. Utvikling og innovative løysingar kjem erfaringsmessig raskare enn vi anar. På same måte som mobiltelefoni i dag er blitt ein industri frå GSM-nettet opna i 91, kan akkurat det same skje med autonome køyretøy og ITS. Utan vidareutvikling av intelligente transportsystem i Noreg er det heilt usannsynleg at vi vil oppnå dei måla som vi har sett oss. Men nokon er nøydd til å gå framfor og sjå til at moglegheitene blir både synlege og tilgjengelege. Dersom du har vore ute i trafikken i dag, har du antakeleg brukt ITS. Det kan vere alt frå GPS, automatisk lukeparkering og antiskrens til skiltgjenkjenning og bompengeinnkrevjing, berre for å nemne noko. Felles for alt dette er at det forenklar, forbetrar og foreinar transportkvardagen vår. finst så mange viktige utfordringar knytte til ITS, f.eks. knytt til personvern, men òg for å sikre at alle aktørar i bransjen skal ha lik tilgang til informasjon for vidare forsking og utvikling. Den nye lova er ei ramme som må fyllast med innhald i takt med innspel frå bransjen og teknologisk utvikling. Det er enorme moglegheiter for tenester som både gjer infrastrukturen tryggare og skaper flyt, men òg for løysingar som kan varsle og bidra til miljø- og klimautfordringar. Men kven er det så som vil løyse desse utfordringane? Er det bilbransjen, eller er det ekombransjen? Eller er det kanskje ein bransje vi ikkje anar i dag? Vi tenkjer nok ofte veldig tradisjonelt, sektorielt og avgrensande for potensiell utvikling. Vi må tilretteleggje for dei som i dag har lyst til å teste og eksperimentere, og vi må akseptere at forskinga òg betyr at ein av og til vil ha brukt tid på å finne ut at ein tok feil. Vi anar ikkje i dag kven som sit på løysingane for morgondagens transportsektor, og eg vil minne om at Google faktisk blei starta i ein garasje. Eg er glad for at vi har ein framoverlent statsråd og eit politisk fleirtal som støttar denne typen testing og er opne for etablering av gode arenaer for forskingsmiljø, og som vil stimulere til at norske miljø får lov til å ta del i alle moglegheitene vi ser. Den viktigaste oppgåva vår framover blir å sjå til at ikkje regelverket står i vegen for ei rask og ønskt modernisering av transportsektoren. Så må vi ta høgd for ein transportsektor der mobil, appar og det digitale er blitt ein integrert del av transporten.

Det er dette som kommer til å virke inn på hele samfunnet uansett hvilken sektor vi snakker om. Men det er nå sånn at det tar litt tid, og jeg vil også si at det er en aldersforskjell i forståelsen av å se digital framtid, cyber og det som måtte komme. Men jeg tenker at om et par år – hadde jeg da sittet på Stortinget – hadde jeg satt meg i den autonome bilen

det er ingen grunn til at Norge skal utvikle alle løsninger selv. Derfor har jeg vektlagt samarbeid både med næringslivet og med andre land. Svenskene er allerede ferdig med sin utredning. De er i gang med sitt lovarbeid. Jeg synes ikke det er vits i at vi skal lage en utredning som skal kopiere svenskene, for deretter å begynne med norsk lovarbeid. Derfor har vi gått rett på lovarbeidet. Det er min ambisjon at vi skal kunne fremme det for Stortinget og få gjort vedtak før sommeren 2017. Hvis vi skal begynne med en utredning, vet vi at det fort går ett år ekstra. Det er viktig å huske, for tidsperspektivene i teknologiverdenen er ofte litt annerledes enn i den politiske verden. Da jeg i fjor høst var i San Fransisco for å diskutere bl.a. intelligente transportsystemer, men også møtte dataleverandører med tanke på fiberkabler, snakket de om kort og lang sikt på sine planer. planer. Jeg ble veldig nysgjerrig etter hvert, for jeg tenkte: «Lang sikt», er det noe jeg kan oppleve når jeg er politiker? Det trodde de, for deres «lang sikt» var fire måneder framover. «Kort sikt» var inntil tre måneder. Hvis vi skulle bruke et par år på å utrede hvor vi vil, er det en del teknologimiljøer som kan avskrive Norge i de årene. Det vil ikke jeg skal skje. Jeg synes det er viktig at vi lytter til ekspertene. Men også her mener jeg vi skal

Det er her det spennende er med teknologimiljøet, at – selvsagt – har man store selskaper, kan man samle mye kompetanse. Men det kan vel være at det er utfordrerne som til slutt vinner fram. Det var ingen som visste at Tesla ville være et stort bilselskap, som det er i dag, for bare få år siden. Det å stimulere bredden i næringslivet, sørge for at vi er fleksible i lovverket, imøtekomme og hjelpe også der staten kan, i å teste ut teknologi, teknologi, er viktig. Derfor kommer jeg til å samle noen av de store kollektivselskapene for å se hva de tenker selv, men også for å se hva vi som nasjon kan gjøre sammen for å teste ut teknologier. Istedenfor å konkurrere om å teste ut ett produkt kan vi se hvordan vi kan favne flere. Derfor vil vi treffe næringslivet og entreprenørene for å se hvordan vi kan bruke teknologien når vi bygger veier, og ikke minst når vi planlegger veier. Alt er en del av å skape en bedre reisehverdag.

er mest
er fast ansettelse

det sies

Skal vi klare det,

næringslivet. Det er en

Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 12, fra Venstre, ikke ble fremmet. Presidenten gjør også oppmerksom på at forslagene fra Senterpartiet ble levert inn etter den reglementsmessige fristen, men presidenten har grunn til å tro at Stortinget likevel ønsker å ta forslagene opp til votering, siden noen av forslagene ser ut til å få flertall. Presidenten foreslår derfor at forslagene likevel tas opp til votering. – Det anses vedtatt.

sa,